fra Arild Grande på vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti forslag nr. 11, fra Geir Jørgen Bekkevold på vegne av Kristelig Folkeparti forslag nr. 12, fra Kårstein Eidem Løvaas på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre forslagene nr. 13–19, fra Geir Jørgen Bekkevold på vegne av Kristelig Folkeparti forslag nr. 20, fra Arild Grande på vegne av Arbeiderpartiet

fram i alt seks forslag. Det er forslagene nr. 1–4, fra Tone Merete Sønsterud på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 5, fra Tone Merete Sønsterud på vegne av Arbeiderpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 6, fra Tone Merete Sønsterud på vegne av